og de må gjøre akkurat det samme nå som de gjorde i søknadsprosessen, men uten inntekter. Det er flere av høringsinstansene som peker på nettopp dette, at denne forenklingen kan føre til at kommunene får mindre gebyrinntekter og må si opp folk, slik at de har færre til å behandle reguleringsplaner og til å følge opp disse tiltakene som trenger oppfølging. Hvordan har regjeringen kommet fram til det regnestykket, at dette skal kunne være besparende på en slik måte at kommunene faktisk har ressurser til å følge opp det de også i framtida har ansvaret for? Min bekymring går ikke først og fremst på kommunenes gebyrinntekter. Jeg er mer opptatt av at innbyggerne med dette kan slippe gebyr, og at man raskere kan få satt opp det bygget man ønsker å få realisert. Så er det slik at disse sakene utgjør hele 20 pst. av kommunenes byggesaker. Når kommunene slipper å behandle disse,

kommunens innbyggere kan møte kommunens ansatte og vil med våre forslag da kunne få mer veiledning om hvordan man skal gå frem, istedenfor at kommunenes ansatte skal bruke tid på saksbehandling. Dette viser at statsråden ikke har forstått hva som vil bli virkningene av dette, nemlig at når man ikke skal behandle en søknad, har man ingen gebyrinntekter. Jeg skjønner at statsråden ikke er spesielt opptatt av det, men det er det kommunen ansetter saksbehandlere for – de pengene som kommer inn, bidrar til at man kan ansette folk som nettopp kan gjøre denne tiltakshaveren må ha. For man må nødvendigvis henvende seg til kommunen for å få den veiledningen, hvis man da ikke – for å si det sånn – tar sjansen på å sette opp noe uten å spørre noen. Det håper jeg ingen gjør. Mange av høringsinstansene har nettopp pekt på dette, at det regnestykket regjeringen setter opp, ikke stemmer.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

andre ledd. Hvis dette nå skulle falle, noe vi tror er sannsynlig, kommer vi til å stemme for resten av plan- og bygningsloven i sin helhet. Jeg er

SV er ikke opptatt av kommunenes gebyrinntekter, men vi er opptatt av at befolkningen skal få god service når de henvender seg til kommunen for å få svar på de spørsmålene de må ha svar på for å sette i gang. Nå har nemlig enkeltpersonen – privatpersonen – hele ansvaret sjøl. Alle ansvarlige vil jo da sjekke ut dette først. sier dette, kommunene sier det, at disse gebyrinntektene er med på å finansiere den servicen vi skal gi våre innbyggere. Så det er det som er hele problemet, og i tillegg skal kommunene pålegges å ha kontroll med bygg som de kanskje ikke vet at står der. Det skal de ha råd til, uten at de har noen inntekter som sikrer at de har personell til å utføre disse oppgavene. Jo, det er veldig fint at man kan ha byggetiltak, så lenge det ikke er konflikter og det går ut over andres frihet. Jeg har nok sett for meg at det kan bli litt livat i hagene i Asker og Bærum og der omkring når man skal bygge disse store garasjene én meter fra Det kan vel hende at folk der har råd til advokat – hva vet jeg – men jeg tror ikke det blir mindre konflikter. Jeg tror ikke kommunen får mindre å gjøre, for kommunen må inn i alle disse sakene – ikke som en konfliktsløsingsmekanisme, som i dag ligger i nabovarslingen og godkjenningen, men som en oppmann i en rettssak, som skal klargjøre hva som er det planmessige, rettmessige, grunnlaget for et byggetiltak. så enkelt, og jeg håper det går bra. Jeg håper at alle tar kontakt med naboen før de bygger, og at man håndterer dette på fornuftig vis. Men kommunene må fremdeles svare på alle disse spørsmålene. Da har i hvert fall kommunalministeren en stor jobb å gjøre med å sikre at kommunene har økonomi til å ansette de menneskene som skal til for å ha det apparatet som kan hjelpe folk der og da, på plass, og at de også har økonomi til å drive bedre planlegging enn det man gjør i dag. Man bør ha oppdaterte planer – ikke bare reguleringsplaner, men også bebyggelsesplaner. Man bør også ha oppdatert IKT-verktøy, som egentlig burde vært standardisert, i alle kommunene, slik at dette var helt likt i alle kommuner teknisk sett, og at det fungerte veldig kjapt og greit. Alle høringsinstansene sier at det er det som er

kommune. I brev til komiteen skriver BNL bl.a. at de foreslår at for de tiltak som man ikke skal ha søknadsplikt for, bør man ha registreringsplikt eller meldeplikt, slik at det tilrettelegges for bl.a. tilsyn. Det er litt sånn at man godt kan slå hverandre i hodet med ulike høringsinstanser, men jeg tror at alle tjener på å innrømme at her er det delt, mot hverandre. For å sette litt perspektiv på debatten: Det vi nå har diskutert veldig mye, er garasjer, i all hovedsak. Det er mulig at det med regjeringens forslag blir noe raskere å bygge garasjer, men vi frykter at vinninga går litt opp i spinninga her – og flere boliger blir det neppe med det forslaget, isolert

fagfolk, noe kommunen har tatt konsekvensen av, og som vi nå kan spare. Jeg vil bare peke på at mye av saksbehandlingen har gått med til klagebehandling, innsigelser og tilrådninger overfor Fylkesmannen og andre myndigheter, som blir avgjort ved at kommunen svarer at dette er privatrettslige ting som folk selv må ordne, det er ikke kommunens ansvar.

som ikke ville bidra til vesentlig forenkling, fordi man har foreslått en egen registreringsordning. Det er nettopp med bakgrunn i den kritikken det forslaget fikk i høringsrunden, at vi la frem et mer moderat forslag, som vil bidra til en vesentlig forenkling. La meg bare helt til slutt også vise til forslaget om oppheving av lokal godkjenning for ansvarsrett, hvor vi er opptatt av å ha et godt og nært samarbeid med byggenæringen nå for å finne de gode løsningene. Det er helt riktig, som det er blitt sagt i debatten her, at næringen selv er opptatt av seriøsitet og kvalitet. Det er også grunnen til at jeg mener at det forslaget som bl.a. Arbeiderpartiet fremmer, om å gjøre den frivillige, nasjonale ordningen obligatorisk, er litt prematurt, rett og slett fordi vi nå har samarbeid med næringen for å finne de gode løsningene. Vi mener i likhet med byggenæringen at vi kan gjøre den sentrale, frivillige ordningen til et kvalitetsstempel for næringen. Vi hadde håpet at vi kunne få gjøre den jobben før man fremmet forslag om å gjøre den nasjonale ordningen obligatorisk. I tillegg vil også kommunen få frigjort kapasitet til å kunne bidra til bedre tilsyn med byggesaker, fremfor den godkjenningsordningen som de har i dag. Presidenten vil opplyse om at den reglementsmessige tiden for kveldsmøtet nå er passert. Presidenten vil foreslå at dagens kart ferdigbehandles. – Det anses vedtatt.
Representanten

våre forslag, der hvor de hadde fremmet egne. Det er to myter som egentlig har kommet fram i debatten i mediene, i kronikker, i aviser – og også litt i debatten her. Det er myten om at plan- og bygningsetaten og kommunen er en form for konfliktløsningsorgan for naboer som er i krangel med hverandre, eller at det skal være organet for å løse nabokonflikter, eller være en smak- og-behagsmegler. Da vil jeg henvise til naboloven. Veldig mye av det som tas opp av bekymringer, reguleres der. Videre reguleres mange av de samme bekymringene i plan- og bygningsloven, og i reguleringsplaner i kommunen.

Det skal være innenfor de regulerte planene i en kommune. Vi skal sende ut en forskrift på høring hvor dette vil rammes ytterligere inn, slik at vi sørger for at belastningen for naboene blir på et minimum. Men når det snakkes om store tomter i Bærum eller i Oslo, må jeg si at en tomt der det skal bygges en dobbeltgarasje på 50 m2, tross alt er mindre enn en tomt man skal ha et enkelt tilbygg, som det ble sagt, på 500 m2inntil 1 meter fra nabogrensen – selv om jeg vet at tomtene er store utenfor Oslo. Men det får være grenser for hva naboene ikke skal få lov til å si noe om. Jeg tror at dette er et skritt i riktig retning for å forenkle, fornye og forbedre. Jeg tror at nabokrangelstatistikken om noen år vil vise at dette er riktige tiltak, og at vi også vil se det i statistikken for boligbygging. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 28. Etter ønske fra næringskomiteen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

Det ligger flere endringsforslag i proposisjonen, men jeg har lyst til å trekke fram et par av dem, som også komiteen har uttalt seg spesielt om. I forslaget går en nå bort fra ordningen med lensmannsskjønn for fastsetting av takst og over til en ren forvaltningsmodell med Statens landbruksforvaltning som et nasjonalt forvaltningsorgan. Dette bidrar til både å frigjøre politiressurser og å sikre en mer effektiv saksbehandling, men kanskje det som er minst like viktig: en raskere utbetaling av erstatningen. I dag kan en kurant sak ha en behandlingstid på fire–seks måneder, mens den nye modellen er anslått å kunne bidra til en halvering, og det må vi si oss rimelig fornøyd med. Samtidig er det gledelig at også tomtefestere og andre rettighetshavere Komiteen deler regjeringens syn på viktigheten av å åpne for nærmere regulering av krav om regress og forhåndsvarsling av regresskrav. Et regresskrav kan i noen tilfeller være aktuelt overfor kommuner. Regress overfor kommuner kan eksempelvis være aktuelt hvor det er gitt byggetillatelse i et ras- eller flomutsatt område. En nærmere regulering av muligheten for regress er derfor etter komiteens syn nødvendig, herunder sikre at tredjeperson skal ha rett til å uttale seg i forkant av et mulig regresskrav. Til slutt: Jeg er glad for at det er stor enighet i komiteen om endringene som er foreslått i lov om erstatning for naturskader. Ny naturskadeerstatningslov innebærer i all hovedsak prosessuelle endringer sammenlignet med dagens lovverk. Det materielle innholdet i ordningen er

fra denne regjeringen som blir behandlet i Stortinget. Det er all grunn til å støtte loven og de forslagene som ligger i denne – og det gjenspeiler seg også i komiteens enstemmige innstilling. Det er likevel ikke slik at en ny lov vil få konfliktene til å forsvinne, eller at ikke enkelte vil føle seg urettferdig behandlet når naturskade oppstår. Det kan være spørsmål om erstatning for redningsomkostninger og om dekning av merkostnader for å redusere faren for framtidig naturskade. Ny lov innebærer ikke at alle vanskelige vurderinger forsvinner, men forhåpentligvis vil det gå langt raskere å få avklart sakene og få pengene på bok. Så er jeg opptalt av at vi ikke kun skal svartmale situasjonen som har vært med bruk av lensmannsskjønn. Det er viktig å understreke betydningen av lokalkunnskap i denne typen saker, og at det også med ny modell må etterstrebes å ta inn lokalkunnskap i prosessen. Flere av de vanskelige spørsmålene skal avklares i det nærmere forskriftsarbeidet, og jeg har tatt ordet i dag for å understreke noen problemstillinger som jeg mener er sentrale. For det første er egenandelen for den som krever erstatning for flere eiendommer, sentralt. Her er sentralt. Her er det Senterpartiets syn at det må settes et tak for egenandel når forskriften skal fastsettes. I proposisjonen er det sagt at den nye ordningen ikke skal endre utgiftene vesentlig, men jeg vil også framheve det som står om at det skal oppfattes som «rimelig og rettferdig». Vi forventer at regjeringen følger opp dette, for det kan vanskelig sies at fem egenandeler på én skade er rimelig og rettferdig.

Statens erstatningsordning for naturskader er i dag regulert gjennom naturskadeloven av l994. Loven har gjennom årene gjennomgått betydelige endringer uten at det er foretatt noen full gjennomgang siden den første loven ble vedtatt i 1961. Søknader om naturskadeerstatning behandles i to spor. Som hovedregel blir skaden først taksert gjennom lensmannsskjønn, deretter blir vedtak om erstatning fattet av styret for Statens naturskadefond. Det er klage-/ankemuligheter i hvert spor. spor. Erfaringer fra større naturskadeulykker med mange skadelidte viser at gjeldende ordning er lite effektiv og fører til lang saksbehandlingstid. Tall for perioden 2004–2013 viser at det i gjennomsnitt behandles om lag 1 350 naturskadesaker årlig, mens de årlige utbetalingene i gjennomsnitt ligger på i overkant av 100 mill. kr. Antall årlige skadesaker og omfanget av erstatningsutbetalinger kan variere stort fra år til år, avhengig av omfanget av naturulykker foregående år. De senere års skadeomfang tilsier også at staten bør ha et mer robust og framtidsrettet erstatningssystem som kan takle utfordringene på en smidigere og raskere måte enn dagens system legger til rette for. Lovforslaget viderefører i stor grad det materielle innholdet i dagens naturskadelov, men forslaget innebærer en stor grad av forenkling, ved at dagens tosporede modell for naturskadesaker blir erstattet med en ren forvaltningsmodell. Dette fører til kortere saksbehandling slik at skadelidte får utbetaling raskere enn det som følger av dagens system. Lensmennene vil etter forslaget ikke lenger ha som oppgave å taksere naturskader. Skadetaksering er en oppgave som krever store ressurser i lensmanns-distrikt som blir utsatt for naturskade. Det er ikke hensiktsmessig at politiet skal bruke sine ressurser på slikt arbeid. Dette framgår også av konklusjonen i politianalysen som har blitt gjennomført. Dette forslaget vil dermed frigi ressurser i politiet som kan brukes på ordinært politiarbeid. Forslaget vil gjøre det enklere å sette inn ekstra ressurser ved store naturskadehendelser. Behandling av alle sakene i ett ansvarlig organ vil sikre en enhetlig behandling og bidra til økt rettssikkerhet for den enkelte Lovforslaget legger videre opp til at kretsen av de erstatningsberettigede utvides fra kun å omfatte eier til også å gjelde tomtefestere og andre rettighetshavere som kan godtgjøre å ha den økonomiske interessen i og rådigheten over skadeobjektet. Dette gjelder uavhengig av om skadeobjektet befinner seg på privat eller offentlig grunn. Avslutningsvis vil jeg nevne at lovforslaget samlet sett vil innebære administrative besparelser på om lag 11 mill. kr årlig sammenlignet med dagens ordning.

statsråd

Ja, det

Da ber presidenten om at innpiskerne teller over antall representanter i salen.

ja

Greit. Da håper presidenten at vi har riktig antall representanter i salen. I denne saken er det satt fram ett forslag, fra Bård Vegar Solhjell på vegne av

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Venstre ønsker å stemme imot. Voteringstavlene viste at det var avgitt 92 stemmer for og 5 stemmer imot lovens overskrift og loven i sin helhet. Jeg stemte ved en feiltagelse ikke. For stemte

voteringa.
For stemte 93, imot stemte 5 – blir det riktig, hvis representanten ikke stemte? Vi tar voteringen om igjen. Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Bård Vegar Solhjell, på vegne av Sosialistisk Venstreparti. Det voteres over forslagene nr. 1 og 3. Forslag

E,
Det registreres.

voteringen om igjen. Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Da er det rettet opp. Da skal stemmetallet være 55 stemmer for og 49 stemmer mot innstillingen. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det voteres så over B. Her er det også Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som står bak innstillingen, så presidenten antar at de øvrige partiene ønsker å stemme imot. Det

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Dermed er

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag. Det er forslag nr. 1, fra Stine Renate Håheim på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 2, fra Stine Renate Håheim på vegne av Arbeiderpartiet og

voteringen om igjen. Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt åtte forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Tove Karoline Knutsen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Tove Karoline Knutsen på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 5, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet

innstillingen. Høyre og Fremskrittspartiet har varslet at de vil stemme for forslaget. Det voteres så over resten av XX. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til annen gangs behandling i et senere møte i

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Dermed er de vil stemme imot. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten regner med at Venstre også vil stemme imot her. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt tre forslag.

Jeg har et par